I samsvar med Grunnlova gjev Kongen denne meldinga til Stortinget om Noregs tilstand og styring i tida etter siste melding. Den økonomiske veksten i Noreg er på veg oppover. Også på Sør- og Vestlandet er det no teikn til at nedgangen er bak oss. Likevel er norsk økonomi framleis påverka av fallet i oljeprisen. BNP for Fastlands-Noreg auka med Verdiskapinga i petroleumssektoren utgjorde 13 pst. av Noregs BNP i 2016, og statens netto kontantstraum frå oljeverksemda var 125 mrd. kr. Statens pensjonsfond hadde ein samla marknadsverdi ved utgangen av første halvår 2017 på 8 238 mrd. kr, ein auke på 519 mrd. kr frå Den økonomiske politikken som har vore ført, gjev kraftige impulsar til norsk økonomi. Noregs Bank har sett ned renta til eit rekordlågt nivå. I byrjinga av september var den norske krona vel 11 pst. svakare enn før oljeprisfallet. Saman med eit moderat lønsoppgjer betrar det konkurranseevna. Budsjettet for 2017 gjev eit betydeleg bidrag til å løfte etterspørselen i fastlandsøkonomien. Det trekkjer opp aktiviteten og motverkar arbeidsløyse. Den registrerte arbeidsløysa var 2,6 pst. i september 2017, mot 3,0 pst. i september året før. Arbeidsløysa, målt ved SSBs arbeidskraftundersøking, utgjorde i juli 4,2 pst., mot 5,0 pst. i juli 2016. Regjeringa har teke ei rekkje initiativ for auka verdiskaping, fleire jobbar og seriøst arbeidsliv. For å kvalifisere arbeidsledige har regjeringa auka tiltaksnivået. Regjeringa har sett i verk ein ny landsdekkjande ungdomsinnsats i 2017. Vidare styrkjer regjeringa kampen mot arbeidslivskriminalitet gjennom felles innsats frå myndigheitene, samarbeid med partane i arbeidslivet og nye tiltak i revidert strategi mot arbeidslivskriminalitet. I fjor vart det innført skjerpa krav til sentralt godkjende føretak etter Regjeringa har sendt på høyring eit forslag til endringar i arbeidsmiljølova med m.a. forslag til presisering av fast tilsetjing og klarare rammer rundt innleige av arbeidskraft. Gjennomføringa av skattereforma har halde fram. Skattesatsen på allmenn inntekt er vorten redusert til 24 pst. i 2017. Regjeringa styrkjer ein aktiv næringspolitikk med strategiar og tiltak for havnæringane, industrien, bioøkonomi, reiseliv og gjennom dei breie ordningane i verkemiddelapparatet. Dei årlege innsparingane for næringslivet av tiltak som er gjennomførte i perioden 2011–2017, utgjer no godt og vel 15 mrd. kr, i tråd med regjeringas mål. Noreg er den nest største eksportøren av sjømat i verda. I 2016 vart det eksportert sjømat frå Noreg til ein verdi av I 2016 tok Olje- og energidepartementet imot utbyggingsplanar for fem nye olje- og gassfelt, det høgaste talet sidan 2012. Regjeringa har arbeidd aktivt for å ta vare på og styrkje det regelbaserte handelssystemet i WTO. Det utanrikspolitiske landskapet er framleis krevjande. Samarbeidet i FN, NATO, med EU og med nærståande land er avgjerande for å sikre framgangen for demokrati, menneskerettar og handel. Regjeringa har lagt fram stortingsmeldingar om utviklingspolitikken og vegval i utanrikspolitikken. Regjeringa har vidareført den norske innsatsen i koalisjonen mot ISIL og bidraget til NATOs operasjon i Afghanistan. Noreg har vidareført støtta til FNs fredsoperasjonar i Midtausten, Sør-Sudan og Mali. Vi ser ikkje nokon direkte militær trussel mot Noreg. Landet vårt bidreg til å setje NATO betre i stand til å løyse oppgåvene sine, m.a. ved at vi deltek i NATOs forsterka nærvær i Aust-Europa. Forholdet mellom Russland og Vesten er framleis krevjande. Regjeringa legg samstundes vekt på praktisk samarbeid og dialog med Russland. Gjennom formannskapen i Nordisk ministerråd arbeider Noreg for at Norden skal vere den best integrerte regionen i verda, særleg på område som energi, klima, miljø og digitalisering. I 2017 har Noreg delteke som gjesteland i G20. Fråsegna frå G20-toppmøtet støttar norske prioriteringar med omsyn til finansiering av utdanning og tiltak mot epidemiar. Samkvemmet mellom Kina og Noreg har vorte normalisert. Det gjev nye moglegheiter til samarbeid. Forhandlingane om ein frihandelsavtale er tekne Regjeringa har innleia dialog med EU og Storbritannia for å oppnå eit best mogleg samarbeid med Storbritannia når landet forlèt unionen. Regjeringa har starta arbeidet med å følgje opp berekraftmåla til FN. Stortinget vedtok i november ein ny og ambisiøs langtidsplan for forsvarssektoren, ein plan som vil bidra til å styrkje forsvarsevna i åra som kjem. Regjeringa arbeider også med ei særskild utgreiing knytt til frå denne utgreiinga vert lagde fram for Stortinget om kort tid. Regjeringa har styrkt arbeidet med å tryggje samfunnet gjennom eit betre lovgrunnlag i saker som gjeld førebygging av spionasje, sabotasje og terror. Regjeringa har m.a. fremja forslag til ei heilt ny tryggingslov, lov om nasjonal sikkerhet. Arbeidet med å sikre særleg viktige objekt er styrkt. I juni fastsette regjeringa ein ny instruks om Forsvarets bistand til politiet. I juni la regjeringa fram ei stortingsmelding om IKT-tryggleik. Regjeringa vil m.a. styrkje den nasjonale evna til å avdekkje og handtere digitale angrep. Forprosjekteringa av det nasjonale beredskapssenteret til politiet er no sluttført. Såframt Stortinget sluttar seg til planane, tek ein sikte på at senteret vil stå klart i 2020. For 2016 vart det økonomiske resultatet for kommunesektoren betra til eit netto driftsresultat på 4,2 pst. I perioden er det vedteke at 121 kommunar slår seg saman til 47 nye kommunar. Det er også vedteke ei regionreform der dagens 19 fylkeskommunar vert til 11. I februar la regjeringa saman med Venstre fram ein plan for lokalisering av statlege arbeidsplassar. I denne perioden er det vedteke å flytte ut og etablere meir enn 700 statlege arbeidsplassar utanfor Oslo-regionen. Det er teke fleire initiativ for å gjere staten meir effektiv, gjennom forenkling, nye digitale løysingar og effektivitetskrav. Regjeringa har fastsett ny rammeplan for innhaldet og oppgåvene til barnehagen. Vidare har regjeringa føreslått ei lovfesta plikt for skulane til å gje intensiv opplæring til elevar på 1. til 4. trinn som strevar med lesing, skriving og rekning. Regjeringa følgjer opp langtidsplanen for forsking og høgare utdanning. Totalt svarer løyvingane til FoU over statsbudsjettet i 2017 til ein del av forventa BNP på 1,05 pst. Den norske kyrkja vart omdanna til eit eige rettssubjekt frå 1. januar 2017. Arbeidsgjevaransvaret for tidlegare statskyrkjeleg tilsette vart overført til det Regjeringa har gjort vedtak om å flytte forvaltninga av museumsfaglege oppgåver i Norsk kulturråd frå Oslo til Bodø. I 2016 vart 15 300 flyktningar, fleire enn nokon gong tidlegare, busette i 411 norske kommunar. 1 600 av desse var einslege mindreårige. Regjeringa har arbeidd med å setje i verk dei 69 tiltaka i integreringsmeldinga. Det er m.a. etablert integreringsmottak og starta opp med tidleg kartlegging av kompetanse, og arbeidsrettinga av kvalifiseringstiltaka er styrkt. Frå 1. mars 2017 har heile befolkninga fått kjernejournal. Tilgjenge til kritisk informasjon kan redde liv ved akutte hendingar. Om lag 1,9 millionar pasientar fekk helsehjelp ved somatiske sjukehus i 2016 – 1,9 pst. fleire enn året før. Gjennomsnittleg ventetid i spesialisthelsetenesta var 60 dagar i 2016 – 9 færre enn året før. I oktober 2016 la regjeringa fram for Stortinget ein opptrappingsplan mot vald og overgrep. I mars 2017 la regjeringa fram ei barnevernsreform med større kommunalt ansvar. Reforma skal m.a. bidra til sterkare prioritering av førebyggjande hjelp og tenester som er betre tilpassa kvar enkelt. I juni slutta Stortinget seg til regjeringas forslag om ei felles likestillings- og diskrimineringslov. Det er lagt fram ein handlingsplan mot negativ sosial kontroll, tvangsekteskap og kjønnslemlesting og ein strategi mot hatefulle ytringar. Regjeringa følgjer opp strategien for barn som lever i fattigdom. Fleire barn og unge får delta på forslag om å utvide retten til pleiepengar ved pleie av sjuke barn er vedteke og tredde i kraft 1. oktober 2017. Regjeringa har vidareført arbeidet med eit meir konkurransedyktig norsk landbruk, og gjennom jordbruksoppgjeret er grunnlaget styrkt for auka matproduksjon i heile landet. I april la regjeringa fram stortingsmeldinga om Nasjonal transportplan som legg opp til ei betydeleg satsing på samferdsel. Reformene som er sette i gang i veg- og jernbanesektoren, bidreg til eit moderne og effektivt transportsystem. Auka trafikktryggleik er prioritert. Våren 2017 la regjeringa fram ei klimalov for å fremje gjennomføring av Noregs klimamål. I juni la regjeringa fram ei stortingsmelding om korleis Noreg kan oppfylle eit utsleppsbudsjett for perioden 2021–2030, som vi vil få ved eit samarbeid med EU. Regjeringa har annonsert eit bistandsprogram på 150 mill. kr for å redusere omfanget av mikroplast og forsøpling til havs. I juni i år la regjeringa fram ei stortingsmelding om avfallspolitikk og sirkulær økonomi, der det vert lagt vekt på auka ombruk

og forretningsorden. Vårt politiske system utvikler seg i tråd med folkets vilje fra valg til valg. Et levende demokrati må være i takt med sin tid, og i en tid under sterk endring er det viktig å være åpen og lydhør for fornyelse. Stortingets nye sammensetning ga plass til 66 nyvalgte stortingsrepresentanter, som ser frem til å ta fatt på sin folkevalgte gjerning. Aldri tidligere har så mange som 69 kvinner vært valgt inn på Stortinget, og for første gang er så mange som ni partier representert i den norske nasjonalforsamlingen. For mange av de gjenvalgte representantene vil den nye stortingsperioden bringe med seg nye arbeidsfelt, nye komiteer og nye verv. Gjennom en kombinasjon av kontinuitet og endring sikres det demokratiske systems stabilitet og soliditet. Vi møter til gjerning på Stortinget i dramatiske tider for verden. Den sikkerhetspolitiske situasjonen er usikker, og mange steder er demokratiet under press. Det minner oss om at demokrati ikke er noen selvfølge, men noe som må bygges og vedlikeholdes over tid. Stortinget skal være åpent og tilgjengelig. Nærheten mellom representantene og velgerne er viktig. Dette gjelder både arbeidet her i huset og i våre hjemdistrikter. I et demokrati i samspill og dialog med samfunnet rundt oss. Det krever også at vi evner å holde oss med en levende og sannferdig offentlig samtale. Den erkjennelsen er det viktig å ta inn over seg hvis vi skal opprettholde tilliten mellom oss og bevare den brede deltakelsen som demokratiet er avhengig av. Det er gledelig at valgdeltakelsen ved stortingsvalg gjennom flere perioder har holdt seg stabil på et relativt høyt nivå, selv om vi som folkevalgte alltid må anstrenge oss for at den skal bli enda større. Oppslutningen om valget tyder på at velgerne ikke har mistet av syne hva valget handler om, nemlig hva slags samfunn vi vil ha, hvordan det skal innrettes, og hvem som skal gis makten til å styre det. Politikken er avhengig av meningsmotsetninger og kamp. Den kan likevel ikke bare handle om konfrontasjoner mellom opposisjon og posisjon. Velgernes fortsatte tillit avhenger også av Stortingets evne til å enes om bredt forankrede, langsiktige og bærekraftige løsninger som ivaretar folkets velferd over tid. Med disse ord, og i forvissning om at alle folkevalgte i denne sal vil gjøre sitt ytterste for å løse de mange og store oppgavene som ligger foran oss, samler vi oss om det gamle ønsket: Gud bevare Kongen og fedrelandet!